målene? Det er ingen tvil om at hvis vi skal nå et nasjonalt mål, ned 40 pst. innen 2030, er transportsektoren en viktig del av å få til det. Jeg har ingen problemer med å stå her i dag og si at regjeringen absolutt blir dyttet i riktig retning av Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget. Det er jeg veldig glad for. Og det skal vi fortsette med – tenk, nå har vi for første gang fått en klimastrategi i NTP. Det har vi aldri hatt før. Det er en rekordsatsing på jernbane, og det skjer veldig mye annet bra på denne sektoren. Jeg tror nok, som jeg sa i stad i min replikk til representanten Aasland også, at forurenser betaler-prinsippet må ligge til grunn. Det vil være en viktig del av den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene som man nå er i gang med. Jeg tror at her må man snu alle steiner. Man må også innse at det kommer til å kreve tøffe tiltak skal man nå reduksjonene, også innenfor transportsektoren, slik at vi når klimamålene

Så jeg synes at spørsmålet er noe teknisk og går inn i noen detaljer som er på et nivå som ikke tar inn over seg det som faktisk er problemet her, som er at man trenger konkrete tiltak. Det er jo det som betyr noe, og at de funker, ikke at man kan legge frem et regnestykke på effekt. Alle skjønner at flytter man gods fra vei til bane eller fra vei til sjø, eller flere kjører elbil, eller man satser på jernbane, vil det ha en positiv effekt. Replikkordskiftet er over. La meg starte med å takke statsråden for en svært god og

grundig redegjørelse, som var klar og hadde fokus på nasjonale utfordringer og ikke minst nasjonale muligheter. Likeledes var jeg glad for at statsråden brukte tid på internasjonale forhold og det internasjonale klimabildet, som er sammensatt. Klimaavtalen som ble til i Paris, er et gjennombrudd i det internasjonale klimaarbeidet og tar mange nye og viktige steg videre i forhold til det som har vært gjort tidligere på det området. Som statsråden sa i sin redegjørelse, var nesten 20 pst. av verdens kraftproduksjon fornybar i 2015, mens nesten 90 pst. av ny kraftproduksjon i verden i 2015 kom fra fornybare kilder. I den sammenheng er det naturlig å vise til tall fra IEA, som viser at de globale klimagassutslippene i fjor sto stille for andre år på rad. Årsaken er mer fornybar energi. Spesielt gledelig er det å registrere at klimagassutslipp i Kina og USA viser en nedgang det siste året. Reduksjonen i bruk av kull er årsaken. Å få faset ut kull er en god nyhet også for norsk olje- og gassnæring. At klimagassutslippene står stille, er et godt utgangspunkt for å få en reduksjon framover globalt sett. Norge tar sikte på felles gjennomføring med EU for å nå klimamålene. Det har vært klart i lang tid at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget når EU har gjort sin jobb og innsatsfordelingen og byrdefordelingen mellom landene er klar. Da er det litt merkelig å registrere at Arbeiderpartiet fossror bort fra den enigheten man hadde for omtrent ett år siden. Jeg må bare stille meg undrende til hva som er Arbeiderpartiets motivasjon for å gjøre det. For det som er viktig, er at man får et forutsigbart og forpliktende rammeverk for å videreutvikle norsk klimapolitikk, ikke minst med tanke på at Norge har et forhold til EU når det gjelder eksport. Nærmere 80 pst. av eksporten går til EU. Da er det viktig for norsk næringsliv og norsk industri og norske arbeidsplasser at Norges og EUs klimapolitikk samordnes i størst mulig grad. Så er spørsmålet: Hva vil avtalen bety for Norge? Det er det vel ingen som helt vet eller har oversikt over. Men det som er viktig, er at Norge ikke innfører en klimapolitikk som bidrar til tap av norsk industrivirksomhet og arbeidsplasser, og som i verste fall kan føre til karbonlekkasje med påfølgende globale utslipp. Jeg likte også at statsråden viste til de fem fastsatte, prioriterte innsatsområdene i klimapolitikken. Det er noen som sannsynligvis er mer krevende enn andre, og innenfor transport er det åpenbart at det kommer til å bli mest krevende. Men det er viktig å ta med seg også de gode nyhetene, og det er at man etter hvert får lavere utslipp fra bilparken, det ble nylig lagt fram en statistikk på det. Det er lavere priser på bensin og diesel, og total reduksjon av forbruk av bensin og diesel har også gått ned. Så de positive virkemidlene som denne regjeringen med god støtte fra samarbeidspartiene har fått til, gir også effekt som er målbar nå. Da er man inne på det rette sporet, og det er bare å fortsette med den satsingen framover. Det kommer også regjeringen til å gjøre før EU har landet på sine beslutninger. Det blir replikkordskifte. Historisk er et ord som går igjen når vi diskuterer Paris-avtalen, og det er

Ingenting hadde vært bedre enn om at det er Korsberg som fossror bort fra tidligere uttalelser. Mitt spørsmål til Korsberg er derfor om Fremskrittspartiet nå fullt ut stiller seg bak Paris-avtalen og det kunnskapsgrunnlaget som avtalen bygger

samarbeidspartiene. Så ja, jeg stiller meg fullstendig bak Paris-avtalen. Kritikken til Korsberg var ikke at det var for få land – det var tvert imot slik at han syntes det var bra da USA gikk ut av Kyoto. Men mitt spørsmål handler om det vitenskapelige grunnlaget. Da Siv Jensen for en måned siden ble spurt hvorfor det er viktig å kutte CO2-utslipp – hun skrøt av at denne regjeringen hadde gått for å kutte CO2 – klarte hun ikke å svare på hvorfor det er viktig. Så mitt spørsmål til Øyvind Korsberg er om Fremskrittspartiet nå stiller seg bak FNs klimapanel – ikke om de stiller seg bak regjeringsplattformen – når vi nå kan erkjenne at de eventuelt har fått ny kunnskap og lest seg opp, og at klimaproblemet er et menneskeskapt problem, som vi politikere er nødt til å være med på å løse. Det meste av bakgrunnen for Paris-avtalen, som Fremskrittspartiet stiller seg bak, er FNs klimapanel, så det er for så vidt svaret på det spørsmålet. Men det som Fremskrittspartiet stiller seg bak, er FNs klimapanel, så det er for så vidt svaret på det spørsmålet. Men det jeg tror er viktig i enhver sammenheng, er at man også tør å stille kritiske spørsmål til vitenskapelige fakta. Den dagen man ikke tør å gjøre det, er man egentlig litt på ville veier. veier. Så må man erkjenne at det er ulik oppfatning av menneskeskapte CO2-utslipp ut i atmosfæren og virkningen av dem. Det er FNs klimapanel ikke har bare rent mel i posen. De har manipulert en del forskertall, som har vært avdekket tidligere. Så er det en kjensgjerning at solforskere kanskje ikke får bidra like mye til prognosene. En del av det som det har vært skrytt av fra Fremskrittspartiets side og fra statsråden på tirsdag, er

Fagetatene sier at i deres klimastrategi er det mulig å nå 50 pst. reduksjon av CO2-utslipp innenfor transportsektoren. Det er veldig viktig at vi setter et klimamål for transportsektoren, fordi det nå skal legges fram en nasjonal transportplan, og hvordan vi planlegger infrastrukturen vår, vil avgjøre hvor store utslippene blir. Fremskrittspartiet og Høyre har til nå stemt vår, vil avgjøre hvor store utslippene blir. Fremskrittspartiet og Høyre har til nå stemt mot å ville ha et CO2-utslippsmål for Nasjonal transportplan. Spørsmålet mitt til Øyvind Korsberg er: Støtter han nå et klimamål for Nasjonal transportplan? Jeg tror vi kanskje skal kanskje skal vente til Nasjonal transportplan kommer, for å se hva innholdet i den er. Men det er helt riktig som det har vært sagt tidligere, og som jeg også sa i mitt innlegg på tirsdag, at fagetatene er bedt om å komme med innspill i så måte. Så det er fanget opp allerede. Så kan man jo ha målsettinger, men det jeg er mer opptatt av, er å nå de målene man setter seg. Jeg tror at både i klimapolitikken og på andre politiske områder er det enkelt å sette mål, men det vanskeligste er å nå målene. Der må man ha en realisme i det man gjør. Men Norge er et foregangsland i klimapolitikken både når det gjelder industri industri og en rekke andre områder. Så er det en utfordring når det gjelder transport, men man må ikke miste fokus: at Norge er et langstrakt land og har en spredt bosetting. Replikkordskiftet er omme. Først og

fra regjeringa. På den andre siden er det gledelig at vi står samlet om en vilje og nødvendighet av handling, og jeg understreker viktigheten av å satse på grønn konkurransekraft. Når det gjelder både dette og omlegging av samferdselssektoren, gir regjeringa gode signal. Paris-avtalen innebærer at landene forplikter seg til å begrense økninga i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 grader over førindustrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkninga til 1,5 grader. Partene skal kommunisere et nytt utslippsbidrag hvert femte år. Nye bidrag skal alltid være mer ambisiøse enn de gamle. Kristelig Folkeparti var med på forliket om å knytte den norske innsatsen opp mot EU fordi det trolig vil være mest effektivt. Det må ikke innebære at vi Folkeparti fikk sammen med Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne i fjor vår gjennomslag for at det skal utarbeides en klimalov – en klimalov for systematisk å forplikte oss på oppfølging av klimamålene. Den vil være et viktig verktøy i klimakutt innenlands. Helgesen varslet at dette først kommer våren 2017. Jeg kan ikke forstå at dette verktøyet ikke kan komme på plass før. Jeg utfordrer statsråden til å si noe om dette i sitt innlegg. Jeg merket meg for øvrig at statsråd Helgesen trakk fram den norske innsatsen for klima og skog gjennom regnskogsatsinga. Jeg håper dermed at 2015 var siste gang vi så dramatiske kutt til dette i forslaget til statsbudsjett. Vi får stadig påminnelser om at dette er mer alvorlig, og ingen signaler om at vi kan slappe av. Senest denne uka meldte TV 2 om en forskningsrapport som viste at ishyllene – noe nytt som jeg lærte – i Antarktis kan brekke og falle av hvis havet blir varmere. Ishyllene har i mange år begrenset innlandsisens bevegelse mot kyst. Det verste scenarioet er at innlandsisen eskalerer sin bevegelse mot havet. havet. Det kan innebære at havnivået er én meter høyere i 2100, og femten meter høyere i 2500. Så dette er alvorlig. Vi vet at klimaendringene allerede rammer mange mennesker hardt, og hardest rammet er de aller fattigste. Mer tørke og uforutsigbare regntider får allerede dramatiske følger. Vi kan ikke være den generasjonen som gjorde for lite. Det vil gi en knusende historisk dom over oss – fordi vi vet at det er dramatisk å la være å handle. Det er en forventning i folket – og en forståelse for omlegging. Det gir oss en unik mulighet til å bruke tiltak som også på kort sikt utfordrer vår levemåte og våre vaner. Riktignok har Fremskrittspartiet fremdeles noen klimaskeptikere, men det har hatt en god oppdragende effekt for partiet å være i regjeringsposisjon, og det er positivt. Jeg velger en positiv måte å si det på. Det leder meg til mitt neste poeng. Dette må være en politisk dugnad. Ofte kan spillet mellom partiene, mellom posisjon og opposisjon, fange oss. Vi har imidlertid et tema på bordet som egentlig er for viktig til det. Opposisjonen, både de uten samarbeidsavtale og de med, skal puste regjeringa i nakken. Men vi må huske alvoret og fokusere på jobben som skal gjøres. Noe av det aller viktigste nå som klimautfordringene ligger på bordet samtidig som man ser en krise i petroleumsbasert industri, er at tiltakene som settes inn, er en omstilling i grønn retning. Jeg merket meg at statsråden poengterte at selv om vi skal ha petroleumsvirksomhet i flere tiår ennå, er det ikke lenger der vekstkraften ligger. Kristelig Folkeparti bruker enhver anledning til å understreke at på den bakgrunnen er det enda viktigere ikke å igangsette petroleumsvirksomhet i særlig sårbare Jeg forventer at regjeringa dermed ikke utfordrer tålmodigheten vår i 23. konsesjonsrunde ved å komme med tildeling i de uavklarte områdene opp mot iskanten i Barentshavet. Mitt budskap er dugnad, reell handlingsvilje og reell handling. Det blir replikkordskifte. Først har jeg lyst til å takke representanten Andersen Eide for et veldig godt innlegg. Jeg er redegjørelsen var litt lite konkret, at ting tar lang tid, og at vi fra Stortingets side er utålmodige, for nå har det blitt litt sånn at i Stortinget kommer alle forslag om klima fra partiene som ikke sitter i regjering, men som er opptatt av å følge opp klimaforliket og få ned utslippene. Fra Arbeiderpartiets side har vi fremmet over 40 forslag, og vi håper å få gjennomslag for mange av dem i Stortinget. Jeg lurer egentlig på om Kristelig Folkeparti ønsker å være positiv til å jobbe fram politikk i fellesskap fra Stortingets side, jobbe for å få flertall, sånn at vi kan gjennomføre den dugnaden som representanten snakker om. Det er viktig for Kristelig Folkeparti å følge opp klimaforliket. Vi er også utålmodige, og vi vil se på disse forslagene med positive Samtidig har vi en samarbeidsavtale. Vi har forpliktelser når det gjelder budsjett. Dette kjenner representanten godt til. Det at vi kan gå sammen om å se hva vi kan gjøre, gjelder ikke bare opposisjonspartiene, men også regjeringspartiene i fellesskap. Ingenting hadde vært bedre enn at vi sto sammen i denne kampen. Vi skal ned 57 mill. tonn innen 2020, og det er en lang vei å gå, ikke minst i tråd med det som skjer nå etter Paris. Vi ser, når det gjelder de landene som melder inn sine mål, at det som er kommet til nå, er for svakt, og at vi vil ikke nå 2-gradersmålet. Her må Norge være offensiv og kanskje framskynde klimanøytralitetsmålene sammen med rapporten som vi skal gi i 2020. Takk for et flott innlegg. Jeg er

Norge. Hvis vi ser på hva som skulle til for å nå klimaforliket i 2020, og bruker regjeringens egne tall, måtte man omtrent klare å kutte 1 mill. tonn CO2 i året. Det klarte man ikke fra 2013 til 2014, og ifølge regjeringens egen klimastatsråd kan det hende at det økte i 2015 kan det hende at det økte i 2015 i stedet for å gå ned. Spørsmålet mitt er: Vil Kristelig Folkeparti gi godkjentkarakter på klimapolitikken hvis man ikke klarer å redusere CO2-utslippene med minst 1 mill. tonn i året? Nå vil ikke jeg gå inn og gradere prosenter

har kommet med. Jeg har en lang liste her som jeg kunne lest fra, for jeg tenkte jeg måtte forberede meg litt på disse spørsmålene, men jeg tror man vet det meste av det som står på den, for der er det mange gode tiltak som regjeringa har gjort. Jeg kan bl.a. nevne satsninger på klimateknologiforskninga. Jeg kan nevne tilskuddene til Elkem på Herøya og Hydro på Karmøy, noe som var veldig positivt. En ting som også er viktig, er den belønningsordninga som vi kom fram til i budsjettet, en belønningsordning på 100 mill. kr til klimatiltak i kommunene

At både USA og Kina formelt vil tiltre Paris-avtalen i løpet av inneværende år, er ett av lyspunktene. At store konsern og foretak verden over ser det som viktig å kutte i sine klimagassutslipp, og at Paris-avtalen på den måten inspirerer privat sektor, er også viktig. Det kommer til å bidra til en dynamikk som kommer til å være viktig i åra framover. Det er liten tvil om at økonomisk, teknologisk og politisk utvikling vil virke sammen når det gjelder oppfølging av avtalen, og det er bra. Men det som savnes i den norske debatten – og som jeg føler på også i dagens debatt – er hva dette vil bety for Norge. Det er på en måte det store spørsmålet vi alle stiller oss. Vi har koblet oss på EUs mål om 40 pst. utslippskutt innen 2030, men om vi skal avvente all overordnet diskusjon om egne mål fram til EU er ferdig med å utforme sin politikk, kan vi risikere at pauseknappen vil bli satt på, og at vi får en form for klimapause fram til 2019 eller 2020. Jeg hører at statsråden sier at slik er det ikke, men det føles slik så lenge næringslivet og de mest berørte bransjene ikke har noen klare ambisjoner eller målsettinger å forholde seg til, og så lenge en også i det politiske miljøet føler at en mangler anledningen til å få den helhetlige debatten omkring nasjonale målsettinger. Det er nok liten tvil om at de største endringene både internasjonalt og nasjonalt kommer til å skje i skjæringspunktet mellom transport og energi, som også statsråden var inne på i sin redegjørelse. Eller for å si det på en også i åra framover kommer til å handle om elektrisitet som infrastruktur. I morgen kommer regjeringens energimelding, og det er å håpe at den kan gi noen svar, gi oss noen muligheter til å diskutere hva energi og elektrisitet kommer til å ha å si for å kutte klimagassutslipp. Hvordan skal vi utvikle fornybar energi i åra framover? Hvordan skal vi anvende fornybar energi klokt i Norge og internasjonalt? internasjonalt? Vil vi se en strategi for fornybar energi etter at de grønne sertifikatene går ut i 2020? Vil det bli utformet en offensiv strategi for utvikling av havvind? Vil oljefondet få lov til å gå inn i fornybar energi gjennom f.eks. unoterte aksjer? Hvordan skal de statlige lokomotivene settes i stand til kapitalmessig å drive fram utbygging av ny fornybar energi? En annen sektor som vil ha stor betydning, er Vi må arbeide fram mot en utslippsfri transportsektor, og det betyr mange tiltak innenfor mange områder. Hvorledes vil regjeringen legge til rette for det? Vi ser at i år går jernbaneinvesteringene ned. De var på topp i 2014, det var etter det siste budsjettet som den rød-grønne regjeringen la fram høsten 2013, der investeringene økte kraftig. Vi ser at elektrifisering av skyves ut i tid. Jordbruk er en tredje sektor der utslippene må kuttes. Her er det slik at mens en venter på den egentlige debatten, får miljømoralistene råde grunnen. De som ønsker å få kjøttforbruket ned ved å redusere norsk kjøttproduksjon og øke importen av kjøtt – det er så opp ned som det går an å få blitt! Det vil føre til redusert beitebruk og økt soyaimport til Norge.

og som vi fikk flertall for i Stortinget, blir fulgt opp. Jeg mener nok også, i likhet med Kristelig Folkeparti, at det bør være mulighet for å kunne legge det fram tidligere enn i 2017, for 2017, slik som det ble sagt i redegjørelsen, betyr nok antakelig våren 2017, midt i den travle tida som vi er på vei inn i nå. Det burde være mulig å legge det fram på et slikt tidspunkt i 2017 at vi kan diskutere det i god tid før vi avslutter den stortingssesjonen.

Vil Senterpartiet være med og diskutere nye skatter og avgifter innenfor landbruket, eventuelt se på landbrukssubsidiene med et nytt, kritisk blikk i klimasammenheng, f.eks. når det gjelder støtte til produksjon av rødt kjøtt, som er noe Grønn skattekommisjon peker på er problematisk? Hvis Senterpartiet ikke ønsker å innføre disse tiltakene her i landet, hva vil Senterpartiet da kunne gjøre av tiltak innenfor landbruket?

miljøeffekt. Det vil heller ikke det å legge en avgift på storfeproduksjon ha, for det som da vil skje, er at for å oppfylle behovet for kjøtt i Norge vil en importere mer kjøtt. Det betyr at en eksporterer klimagassutslippene. De blir ikke borte, de blir bare overført til det landet som da øker kjøtteksporten sin til Norge. Det kan umulig være meningen med å innføre miljøtiltak som faktisk virker.

har en miljøeffekt, gikk Senterpartiet også imot det. Hva er bakgrunnen? Er miljøavgifter noe som Senterpartiet er for, bortsett fra i enkeltsaker og bortsett fra dem som foreslås – eller er det sånn at man ønsker å ha de nødvendige miljøavgiftene? Det er nok riktig at

men også at en ser helt bort fra andre viktige momenter, som bruk av antibiotika og veksthormoner, dyrehelse ved utsetting av GMO. En må se ting i sammenheng, og en må vite at det virker. Hvis vi vet at det virker, skal vi være med på å diskutere det. Når det gjelder flyseteavgift, mener vi at hvis en hadde diskutert en drivstoffavgift i stedet for en flyseteavgift, hadde det vært en langt mer interessant diskusjon.

Men jeg synes også det er verdt å påpeke at vi har to næringer i Norge som er helt unntatt fra CO2-avgift, nemlig fiskerinæringen og landbruksnæringen, som betaler mindre ved at en får mulighet til å benytte avgiftsfritt drivstoff. Jeg er ikke interessert i å skattlegge landbruksnæringen hardere. Tvert imot, jeg synes det er verdt å satse på norsk landbruk. Men er ikke representanten Arnstad enig i at det ville være fornuftig hvis en ut fra en helhetlig sammenheng ønsket at også landbruksnæringen skulle bidra til større satsing på energieffektivisering innenfor landbruksmaskineriet, å se økte avgifter på drivstoff i landbruksnæringen gjerne i sammenheng med andre avgiftsnedsettelser, andre skattelettelser, sånn at en samlet sett kunne fått sterkere for energieffektivisering og drivstoffreduksjon også i landbruksnæringen? Representanten Eidsvoll Holmås er inne på en interessant ting, nemlig at hvis avgifter og skatter skal virke, må de i det minste være teknologiendrende – de må bidra til at en faktisk får en endring eller en forbedring innen teknologi. Senterpartiet har vært for CO2-avgiften på norsk sokkel fordi den har vært veldig teknologidrivende på norsk sokkel. Den har bidratt til å redusere CO2-utslippene per enhet Det har vært viktig. Det er dette vi da må se på: Vil det samme kunne være mulig ved bare å legge en avgift på kjøttproduksjon som sådan – eller på rødt fe som sådan? Det tror jeg ikke. Jeg tror at den sammenhengen ikke er så veldig klar og tydelig på det området. Hvis en i stedet hadde tatt det utgangspunktet at jordbruket

klimaendringer. Jeg synes det er et problem at statsråden i sin redegjørelse med oppsummering av Paris-avtalen velger å snakke om luftige klimamål i 2030, som garantert ingen kommer til å holde statsråd Helgesen og regjeringen ansvarlig for. Han burde i stedet fokusert på å gjøre noe med de utslippene som han vil bli holdt ansvarlig for, nemlig utslippene fram mot 2020. Alle vet, som sagt, at det å løse klimaproblemene er noe som haster. Paris-avtalen understreker det. Noe av det som ikke ble nevnt i redegjørelsen fra statsråden, var at Paris-avtalen sier klart fra om to helt konkrete ting. Den sier at utslippene

2-gradersmålet. Da holder det ikke, etter min oppfatning, å ha det utgangspunktet som Tina Bru har, at vi må vente og se til vi får fram rapporten om hva det er som skal til for å nå 1,5-gradersmålet, når vi allerede i dag vet at vi drastisk må redusere utslippene bare for å nå 2-gradersmålet. Vi behøver ikke vente og se. Vi vet at vi må gjøre mye, og Vi har fremmet fem krav i denne debatten, for vi mener at man kan ikke ha en politikk som skyver på alle de grepene som det er nødvendig å ta for å nå klimamålene. Vi oppfatter at det Vidar Helgesen legger opp til å være, er en venteminister tar de grepene som skal til for å nå klimamålene som et enstemmig storting har satt. Jeg vil peke på det representanten Korsberg sa. Han sa at vi bør ikke sette oss nye mål, men at man må nå de målene man setter seg. De målene vi har satt, er veldig klare. Det er 2020-målene. Vi skal ned til 47 mill. tonn innen 2020, men det er altså ikke det klimaministeren velger å snakke om, til tross av 10 nye biler som selges i 2020, må være fossilfrie. Vi må utvide målet til at alle nye biler er det innen 2025. Dette er et godt eksempel på hvorfor det haster å ta teknologien i bruk.

Vi må stoppe tildelingen av nye letetillatelser for oljeindustrien og utrede hva et globalt klimamål på 1,5 grader skal ha å si for norsk oljeindustri – hvis ikke risikerer vi dramatiske feilinvesteringer for samfunnet, til skade både for oss og for klimaet på kloden. Regjeringen må legge fram en plan for Stortinget om hvordan vi kan bruke våre fornybare energiressurser og energieffektiviseringen til å fase ut all fossil energibruk i Norge. Og det vil jeg bare si: Vi har bedt regjeringen om å gjøre det i energimeldingen, som vi har all grunn til å tro kommer i morgen. morgen. Hvis det ikke der ligger en plan for å fase ut all fossilbruk, vel, da gjør ikke regjeringen jobben sin. Vi må sikre det første industriprosjektet som tar i bruk hydrogen som erstatning for kull. Industribedriften Tizir i Tyssedal kan vise vei til nullutslipp gjennom å bruke hydrogen som reduksjonsmiddel i stedet for kull. Det vil ha en enorm overføringsverdi til mange andre industrier. Er nullutslippssamfunnet beskrivelsen av en dyster framtid? Nei, den dystre framtiden kommer bare om vi fortsetter som før. Jeg oppfatter med den redegjørelsen som er lagt fram, at Vidar Helgesen er en av dem som med handling – ikke med ord – fortsetter som før. Så kommer dette hele tiden til å være en debatt som handler om resultater, og ikke om ord og tiltak. Regjeringen måles på resultater – og de står til stryk. Det blir replikkordskifte.

Når SV sier nei til et felt som Johan Sverdrup, som også for så vidt skal benytte kraft fra land, betyr det at også SV går inn for en styrt avvikling, og i så fall, hva er tidsrammen til SV for gjennomføringen av en slik avvikling? Til slutt: Vil SV da stille ultimatum i eventuelle nye regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet for en avvikling av norsk olje- og gassnæring? Nei, vi legger ikke opp til en avvikling av norsk oljeindustri, men vi mener vi er kommet til et tidspunkt der vi må stikke fingeren i jorda og se hva klimaavtalen i Paris egentlig betyr for norsk oljeindustri. Hvis ikke risikerer vi kjempesvære feilinvesteringer. Vi har allerede sett eksempler på feilinvesteringer. Vi ser utbyggingen av Goliat-feltet, f.eks., som nå er så dyr at det er lønnsom for samfunnet, og når vi vet at staten subsidierer størsteparten av utbyggingen gjennom skattesystemet, risikerer vi svære feilinvesteringer hvis vi ikke setter oss ned og lager en fornuftig og grundig analyse av hva slags olje og hva slags gass det bærer seg å utvinne innenfor et 1,5-graderssamfunn. Jeg merker meg – og det er jeg litt forundret over – at i det som er Norges viktigste næring,

For hvert år som går uten at vi iverksetter tiltak som virker, og som vi vet hvordan virker, blir det vanskeligere, dyrere og mindre sannsynlig at vi klarer å hindre en oppvarming som utløser farlige tilbakekoblingsmekanismer. Permafrosten tiner og slipper ut metan, redusert isdekke gir større oppvarming, osv. Dette vet vi, og i vinter gikk alarmen hos klimaforskerne fordi den globale gjennomsnittstemperaturen nå stiger skremmende raskt. Dette er bl.a. basert på data fra Norge. Dette illustrerer det vi vet utmerket godt, nemlig hvor travelt vi har det, men når man hører statsrådens redegjørelse, skulle man tro at vi hadde all verdens tid. Statsråden bruker plassen sin på å argumentere for at vi trenger mer kunnskap før vi kan oppdatere målsettingene våre. Han vil vente på en spesialrapport fra FNs klimapanel som skal legges fram i 2018.

hva det vil innebære av kostnader, og hva det vil innebære for muligheten til å innfri 1,5-gradersambisjonen, at han ikke starter nå? La meg skissere et enkelt regnestykke. En studie publisert i tidsskriftet Nature våren 2015 bekrefter det som vi vet relativt godt: 1,5-gradersscenarioet innebærer at karbonbudsjettet for det 21. århundre blir halvert sammenlignet med 2-gradersscenarioet. Hvis vi halverer karbonbudsjettet, betyr det kort oppsummert at det totale karbonbudsjettet som vi har igjen her i verden å slippe ut, vil uttømmes etter tolv år, og spørsmålet er altså: Mener statsråden at vi skal bruke fire–fem av disse tolv årene på å finne ut om halvert karbonbudsjett betyr tøffere klimapolitikk? Det er åpenbart at regjeringen og Miljøpartiet De Grønne er grunnleggende uenige om hvordan en regjering bør levere klimaløsninger. For bare to dager siden sa regjeringen nei til De Grønnes og SVs forslag om en handlingsplan med konkrete tiltak for å innfri ambisjonene fra Paris. Det skjer på tross av at regjeringen på alle andre områder legger fram handlingsplaner i den ene saken etter den andre. Og det skjer til tross for at en klimapolitikk uten plan har vært totalt mislykket i Norge. Norges klimapolitikk er oppsiktsvekkende på én måte, og det er at den ikke virker, og vi er omgitt av land som har klimapolitikk som virker, og som kutter utslipp. Dette må vi snart ta inn over oss. Det er også uforståelig for oss i De Grønne at det er akkurat i klimapolitikken, der hastverket er størst, og der mest står på spill, at statsråden synes det er helt greit ikke å ha noen plan for hvordan problemet skal løses.

at hun og regjeringens representanter på ramme alvor hevder at det ikke er noen vits i å sette konkrete mål for hvilken effekt disse tiltakene kan ha, og at det ikke er noen vits i å måle dem opp mot tiltak som vil ha motsatt effekt i tid og rom, slik at vi har en eller annen idé om helheten i resultatet av disse tiltakene, som i og for seg er bra, og som regjeringen skryter av, men som vi ikke vet effekten av. Tenk hvis Høyre hadde lagt fram sine tyngste tiltak i helsepolitikken og sagt at de anser at hva slags effekt disse tiltakene skal ha, det er ikke så nøye, det går sikkert bra. Jeg tror ikke det ville blitt akseptert i veldig stor grad. Det er dette i stor skala som statsråd Helgesen også sier: Vi skal vente lenge, mens vi vet at det haster, vi skal vente på mer kunnskap, mens vi vet at vi egentlig har den. Det jeg håper kan skje i denne debatten eller snart, er at regjeringen skrur av pausemusikken i klimapolitikken og begynner å levere konkret handling. Det blir replikkordskifte. Klima- og miljødepartementet kjøpte nylig klimakvoter fra tre av Scatec Solars planlagte solkraftverk i Vest-Afrika. «Klima- og miljødepartementet peker ut en retning når de kjøper klimakvoter fra solenergi, og avtalen stimulerer utviklingen av bærekraftige prosjekter på bekostning av olje og kull i kraftforsyningen.» Det har direktør i Scatec Terje Dette kvotekjøpet vil redusere CO2-utslippene med 330 000 tonn fram mot 2020. Miljøpartiet De Grønne har sagt at de ønsker å avvikle kvotemarkedene og la landene seile sin egen sjø etter oppfølgingen av Paris-avtalen, selv om de har hyllet Paris-avtalen. En av de viktige mekanismene i denne avtalen er en videreutvikling av kvotemarkedet, nettopp for å hjelpe fattige og utsatte land med å kutte utslipp og få mer bærekraftige energisystemer.

på plass her. Så lenge de solcelleprosjektene ikke er del av en helhetlig utslippsplan i et land som Sør-Afrika, vet vi ikke totaleffekten av det. Derfor er det også en dårlig idé å tilbakeføre de såkalte kuttene til norsk klimabudsjett. Derimot er det en veldig god idé, som Miljøpartiet De Grønne støtter, å investere i den typen tiltak i Sør-Afrika og i alle mulige andre land. Vi går inn for det i større grad enn Høyre gjør, men vi mener det er feil å ta de påståtte utslippskuttene som disse prosjektene gir, til inntekt for og i stedet for kutt i Norge. Replikkordskiftet er

særlig på de fem innsatsområdene vi har pekt ut. Vi legger stor vekt på forskning, innovasjon og teknologisk utvikling som helt essensielt hvis vi skal klare å bekjempe klimakatastrofen. Der står vi for konkret handling. Når vi har styrket Klima- og energifondet langt utover klimaforliket, er det sånt som muliggjør at Enova i løpet av de siste månedene

Vi satser på forskningssentre for miljøvennlig energi. Vi er i ferd med å operasjonalisere fondet Fornybar AS. Vi har også, som et viktig bidrag til teknologiutvikling, lagt frem en ny lov om offentlige anskaffelser – alle etater skal ha en grønn plan for innkjøp. Vi har historisk høye jernbanebudsjetter, som gjør at vi har rekordpassasjerantall på jernbanen. Vi har mer enn firedoblet bevilgningene til bymiljøavtaler fra 2015 til Utslippsmålet for nye biler i 2020 kommer til å bli nådd i 2017. Vi har for første gang bestilt en klimastrategi for Nasjonal transportplan. Behovet for å jobbe sammen med industrien ble nevnt i sted. Vel – regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft jobber sammen med Norsk Industri om et lavutslippsveikart for industrien. Så det er systematikk i dette arbeidet, og det er konkret handling. Vi er opptatt av systematikk også gjelder det internasjonale. EU-sporet vårt er en del av en nasjonal og europeisk systematisk innsats. Vi ønsker mer samordnet klimapolitikk, mer helhetlig klimapolitikk, mer forutsigbar klimapolitikk og mer forpliktende klimapolitikk. La oss alle være ærlige – alle som har sittet med regjeringsansvar i dette landet: Vi har 30 års erfaring i Norge med klimamål som ikke er nådd. Vi ønsker med å binde norske klimamål til et mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Det gir forutsigbarhet. Det er det som gir den forutsigbarheten som næringslivet etterspør. Jeg har til gode å få respons fra noen næringslivsaktør om at det haster med å komme med helt egne nasjonale mål nå. EU-sporet er høyst velkomment, fordi man vet at rammevilkår tilsvarende europeiske partnere og konkurrenter er fornuftig. Det betyr ikke at vi sitter stille og venter. Tvert imot. Norge, fordi vi ikke er EU-medlem, har mindre grunn til å vente enn det EU-medlemslandene har, for vi må være på ballen for å forsøke å påvirke med våre synspunkter lenge før EU-medlemsstatene må gjøre det. Vi har gjort det i forbindelse med EUs kvotesystem, som nå ligger i EU-parlamentet til debatt. Vi gjør det når det gjelder innsatsfordelingsbeslutningen, og vi gjør det når det gjelder skog- og arealbruk. Det er viktig. Vi hviler ikke. Jeg skal selv i ettermiddag sette meg på KLMs Amsterdam-flight med 47 pst. biodrivstoff for å dra på EUs uformelle miljøministermøte i kveld og i morgen. En viktig del av den jobben er bringe norske synspunkter på EU-politikken til torgs. Så er vi opptatt av det globale bildet. Paris-avtalen har også en systematikk. Paris-avtalen ble en suksess i den forstand at man fikk et høyt ambisjonsnivå, men det ambisjonsnivået vil aldri bli nådd hvis man ikke legger et systematisk oppfølgingsarbeid til grunn. Det er det som dreier seg om først å få avtalen til å tre i kraft, og så få landene suksessivt til å mobilisere for økte forpliktelser. I det arbeidet vil norsk lederskap være veldig viktig. Det gjelder i det diplomatiske arbeidet, men det gjelder også i bistandsinnsatsen, ikke minst med skogsatsingen – kanskje det aller viktigste instrumentet Norge har for å redusere klimagassutslipp. Det blir replikkordskifte. Det er

det kan sågar – fordi det sikkert kommer til å være krevende forhandlinger internt også i EU – muligens bli 2019. Hvilken opplevelse har klima- og miljøministeren av en sånn tidsakse i forhold til den utålmodigheten alle partier i denne salen, med unntak av hans eget parti og Fremskrittspartiet, har? Vi sa i stortingsmeldingen i fjor:

men vi ligger frampå for å bidra til at ting skal gå raskt, og til at våre synspunkter skal reflekteres. Vi vet nå at det er maks tre måneder til kommisjonen kommer med sitt forslag til innsatsfordelingsbeslutning. Det kommer til å være startskuddet for en intens europeisk debatt, hvor Norge også må delta. Det vil være et feilslått initiativ å komme med norske mål nå tre måneder før kommisjonen kommer med sitt forslag.

en slags klimapakke for å synliggjøre regjeringens helhetlige klimapolitikk? Jeg har stor forståelse for utålmodighet, jeg har jobbet nok med EU-prosesser og Norges forhold til EU-prosesser til å kjenne godt på den utålmodigheten. Men jeg er også veldig opptatt av at det ligger en systematikk i den EU-prosessen, som vil tjene norsk klimapolitikk, og som vil tjene arbeidet med å få ned utslippene. Jeg mener at i stortingsmeldingen om felles gjennomføring med EU la vi inn fem innsatsområder, som er en helhetlig, ambisiøs klimapolitikk, og som vi oppfyller ikke minst gjennom et utmerket samarbeid med samarbeidspartiene. Så ligger det mange forslag i Stortinget – eller som snart kommer til Stortinget. Det gjelder oppfølging av Grønn skattekommisjon, lov om offentlige anskaffelser, energiloven, energimeldingen, som snart kommer, og samtykkeproposisjonen om Paris-avtalen – og litt lenger frem: Nasjonal transportplan, industrimelding, melding om sirkulær økonomi og klimalov. Det er mange ting som kommer, men alt kommer ut av satsingen vår på de fem innsatsområdene. Utålmodigheten her i salen er

aller best forutsetning for å bidra til noe av den infrastrukturen via elektrisitet, som mye av digitalisering og teknologi kommer til være avhengig av. La meg spørre statsråden: Mener han at det bør utformes en offensiv strategi for havvind, og at vi ikke bare skal levere til Skottland? Mener han at oljefondet bør få lov å investere i unoterte aksjer innenfor fornybar energi? Mener han at vi skal sette Statkraft og Statskog i stand til å å være med på utbygging av ny fornybar energi? Vil det bli framlagt noe om det i morgen? Representanten Arnstad har rett i at det kommer en energimelding i morgen. Så vil hun sikkert også ha forståelse for at hun får vente til i morgen med å få klarhet i hva som står i den. Men satsing på fornybar energi er en viktig del av regjeringens klimapolitikk. Norge er en fornybarnasjon. Vi kommer til å være en energinasjon også i fremtiden, etter oljen. Det betyr fortsatt satsing på vannkraft, men det betyr også satsing på vind. Det kan representanten Arnstad forlite seg på. Jeg er

til. Det store skiftet i denne stortingsperioden er nettopp at vi nå ønsker å knytte oss til EUs målsetting, noe vi ikke klarte å få til med 2020-målene, og vi ser jo hvordan det har gått med klimaforliket. Vi får prøve å gjøre det bedre de årene som er igjen. Men helt avgjørende når vi knytter oss til EU, er nettopp at det ikke bare blir men at man får den nødvendige juridiske forpliktelsen sånn at vi sikrer at vi når målene, og at Norge også kommer innenfor et sanksjonsregime dersom vi ikke skulle gjøre en god nok jobb. Da blir mitt spørsmål til statsråden: Er statsråden helt tydelig på at det nettopp er en målsetting å komme innenfor den juridiske forpliktelsen som gjør at vi får de samme kravene til gjennomføring som andre

EUs politikk kommer i form av forordninger og direktiver, og de aktuelle direktivene her må vi regne med vil være EØS-relevante. De vil for så vidt uansett bli inntatt i EØS-avtalen og vil derfor følge med EØS-arkitekturen. Det må i hvert fall være den formodningen vi har. Så får vi se hva forhandlingene fører til når det gjelder hvorvidt vi får gjennomslag for vårt ønske om at selve avtalen skal være en bilateral avtale.

En tredje ting som kom fram, var at man har lagt fram en klimastrategi fra transportetatene som sier at det er mulig å kutte 50 pst. av utslippene fra transport. Da spør jeg statsråden: Hvorfor er regjeringen imot å sette et kuttmål, et klart utslippsmål, for transportsektoren som Nasjonal transportplan skal rette seg etter? Hvorfor er regjeringen imot det? Er det fordi de ønsker å plante skog istedenfor å gjøre utslippskutt i transportsektoren? La det ikke være noen tvil om at uansett hvilke tall vi snakker om her, så vil det komme betydelige behov for å kutte utslipp i transportsektoren. Prosessen med å få til kutt i transportsektoren er i gang, men det er helt klart at vi kan ikke stoppe ved personbilmarkedet. Det må kuttes i tungtransport, og det må også satses sterkt – som regjeringen gjør – på grønn skipsfart. Når det gjelder skog, er vårt klare utgangspunkt at uansett hvilke regler man blir enig om når det gjelder skog og arealbruk, skal bokføringsmetodene ikke senke ambisjonsnivået. Det vi er opptatt av, er at dersom land skal kunne kreditere utslippskutt mot skog, så må det være med nye skogtiltak og ikke eksisterende skog. Så det er en ny, aktiv klimapolitikk som eventuelt skal resultere i den type bokføring.

som har som formål å gi store utslippskutt. Det er bra. Og vi skal altså oppfylle Paris-avtalen, men det er ennå ikke lagt planer for hvordan vi skal gjøre det. Kan statsråden avklare om han mener at norske klimagassutslipp vil øke eller avta i tida fram til vi faktisk har fått i stand en forpliktende gjennomføringsavtale med EU?

norsk industri nesten har halvert utslippene over et par tiår, mens produksjonen har økt. Vi vet altså at det er mulig å frakoble CO2-utslipp fra vekstkurven, og det er derfor vi er så opptatt av å satse på teknologiutvikling, satse på forskning og innovasjon som kan ikke bare kutte utslippene år om annet, men også sikre at vi tar oss til lavutslippssamfunnet på en måte som skaper et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

Det er kortere tid til 2030 enn det er siden år 2000 – kort tid, med andre ord. Derfor vil jeg advare mot at vi skal avvente forhandlinger med EU og andre lands rapportering før vi kommer i gang her hjemme, slik at det kjennes og merkes. Statsråden var i sin redegjørelse opptatt av at Norge har ledet an i de internasjonale klimaforhandlingene – ros for det – men det er påfallende at regjeringen viser så svakt og utydelig lederskap her hjemme, hvor vi skal gjøre forandringer. Det skjer for lite, og nok en gang får vi utsettelser. Før jul sa statsministeren at avtalen med EU kanskje ikke kommer på plass før i 2017. Nå sier statsråden at avtalen neppe er på plass før tidligst mot slutten av 2017. Regjeringen sender et signal om å vente og se. Stortinget har i klimaforliket vedtatt at Norge, som en del av en global og ambisiøs avtale, skal framskynde målet om karbonnøytralitet fra 2050 til 2030. De 60 pst. som gjenstår for å nå målet, kommer i tillegg til våre nasjonale kutt, altså bidrag til kutt utenfor Europa, noe som er særlig viktig for utviklingslandene. Paris-avtalen oppfordrer landene til å styrke klimafinansieringen. På tross av dette har regjeringen konkludert med at de ikke vil framskynde målet om karbonnøytralitet. Regjeringen lovpriser Paris-avtalens ambisjon og oppslutning, men sier altså at premisset for å framskynde målet om karbonnøytralitet ikke er oppfylt. oppfylt. Saken skal vurderes på nytt i 2020. Igjen får vi utsettelser. Norge må så langt være det eneste landet som bruker Paris-avtalen til å skru ned egne ambisjoner. De snakker om en avtale som er global og ambisiøs, men konsekvensen skal ikke føre til handling. Hvordan kan statsråden mene at dette er et godt bidrag til å øke ambisjonene? Det håper jeg han gir svar på i denne salen. Det kan virke som om regjeringen velger å utsette klimajobben til etter stortingsvalget i 2017. Arbeiderpartiet vil gjerne gjøre den jobben, men av hensyn til klima bør vi gjøre mer nå. Det er ingenting som hindrer regjeringen i å legge fram konkrete klimatiltak, invitere sektorene til å definere mål på veien eller framskynde målet om karbonnøytralitet. Arbeiderpartiet vil i tiden som kommer søke flertall for våre 40 nye klimaforslag, forslag som vil ta oss i med lavere utslipp. Jeg håper det er grunnlag for flertall med partier som vil mer i klimapolitikken enn Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. I denne debatten har flere hevdet at regjeringen

Som ministeren beskrev i sitt innlegg, har det de siste årene vært en historisk satsing på forskning og utvikling. Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge har blitt økt med bortimot 200 mill. kr til en halv milliard kr. Enova får 2,2 mrd. kr, og vi bruker 690 mill. kr bare på satsing på CO2-håndtering. Særlig innenfor transportsektoren har Enova bidratt stort gjennom støtte til hurtiglading av og de bidrar til at ferjene i Hordaland vil bli drevet av strøm istedenfor diesel. Anbudene i kollektivtrafikken har strenge miljøkrav, og vi ser at strøm, biogass og på sikt hydrogen vil bidra til at utslippene i transportsektoren reduseres stort de nærmeste årene. Dette viser at satsingen som gjøres nå, vil gi resultater om få år. Det vil også teknologiutviklingen innenfor industri og næringsliv bidra til. Når vi eksporterer norsk aluminium og silisium, som er produsert med ren, norsk vind- og vannkraft og ikke skitten kullkraft, eksporterer vi fornybar energi og ikke minst miljøteknologi i fast form. Derfor er det viktig fortsatt å satse på å øke produksjonen av ren strøm fra fornybar energi. Europas største vindpark bygges nå på Fosen, og det er stort potensial i å effektivisere mange av våre vannkraftanlegg.

to viktige vedtak for den videre utviklingen av livet på vår klode. Saken er den at vi har en lang vei å gå. Det vet vi. Det viser alle tall. Det viser alle framskrivninger som legges fram. Norge er på mange måter i kapittel 2 i boken om veien til lavutslippssamfunnet. I motsetning til svært mange andre land har vi en kraftforsyning som i hovedsak er er fornybar. Det betyr at vår oppgave i denne jobben blir å plukke de høyerehengende fruktene. Det er ikke så lett å gjøre det. Vi får ikke de store utslippskuttene som man får andre steder. Det betyr at vi må ha en sterk innsats for å nå disse målene. Forskning og utvikling er både nødvendig og veldig bra. Det må intensiveres, det må gjøres noe med, men uten at vi tar i bruk ny teknologi, uten at vi får den utbredt, får vi ikke resultater av den teknologien: Vi får ikke utslippskutt av forskning, vi får utslippskutt når forskningen blir tatt i bruk. Derfor er det for oss i Arbeiderpartiet karbonfangst- og lagringsprosjekter i Norge snarest mulig, konkrete prosjekter som kan bidra til å redusere utslippene – ikke utelukkende forskning, selv om forskningen er viktig. Jeg tror ikke lave CO2-utslipp er en trussel mot levestandard og livskvalitet. Overgangen til et lavkarbonsamfunn ser jeg på som en videreutvikling av et godt, moderne samfunn. Men hvert år som går uten at vi får de utslippsreduksjonene som monner, uten at vi setter i verk de tiltakene som trengs for å komme dit vi skal, øker risikoen for at vi må skru hardere til når tiden begynner å bli knapp. bli knapp. Det kan bety at vi kommer i den situasjonen som representanten Korsberg frykter, nemlig at dette blir en tung bør for vårt næringsliv, for vårt arbeidsliv. Derfor er det så utrolig viktig – når vi ser at regjeringen ikke er villig til å ta de grepene som må tas – at denne klimapolitikken utformes i Stortinget nå, det neste halvannet året, til vi får en regjering som virkelig tar tak i i situasjonen og gjør det som må gjøres. Jeg syntes det var på tide at det kom en fra transportkomiteen på talerstolen, siden vi er en vesentlig del av løsningen. Klimaministerens redegjørelse inneholder en god analyse av situasjonen og utfordringene vi står overfor. Jeg har imidlertid merket meg den offensive og i og for seg optimistiske tonen redegjørelsen legger til grunn. I den sammenheng siterer jeg fra ministerens redegjørelse: i Paris-avtalens år 2015 var drøyt 20 pst. av verdens kraftproduksjon fornybar, men nesten 90 pst. av ny kraftproduksjon i verden kom fra fornybare kilder. Store endringer på transportområdet, særlig fordi utviklingen i batterilagring er rivende. Batterikapasiteten går raskt opp, og prisen går raskt ned. Bare i fjor sank den med

Ja, storsatsingen på Enova må jo være norgeshistoriens største klimabløff, for hvis en går inn og ser på tallene, ser en at vi snakker ikke om milliarder, men vi snakker om millioner. Det høres veldig flott ut å snakke om et stort økt fond på mange milliarder, men hvis en ser på hva Enova faktisk har fått i ekstra midler for å bruke på satsingen sin, ser en at det er vesentlig mindre, fordi økte bevilgninger til Enova har blitt motsvart av økt ansvar. Tidligere var det slik at Transnova fikk egne penger. Regjeringen la ansvaret for Transnova over til Enova, men pengene fulgte ikke med. Regjeringen la ansvaret for deler av forskningen på karbonfangst og -lagring over til Enova, men en del av pengene fulgte ikke med.

til. Da blir det litt smått. Jeg vil gjerne utfordre Vidar Helgesen, hvis det er slik at han har andre tall. Når det gjelder nettoen av de ekstra pengene som Enova har hatt til å satse, ville jeg vært veldig glad for at han ser på det. Jeg føler behov for å støtte Jonas Gahr Støre i det han sier. Jeg mener det er et brudd på klimaforliket når man på den ene siden sier at klimaavtalen i Paris er en historisk avtale, mens man på den andre siden sier at den er ikke historisk nok til at vi skal innfri det norske løftet om karbonnøytralitet. Jeg føler også behov for å kritisere satsingen på fornybar energi, for statsråden sa at satsing på fornybar energi er viktig for denne regjeringen. De har altså kuttet to tredjedeler av bistanden til fornybar energi. De har kuttet i hele Statkrafts offshorevindsatsing, og ryktene sier at det kuttes i satsingen på grønne sertifikater etter 2020. Da sier jeg: Hvis satsingen på fornybar er viktig for regjeringen, lurer jeg på hvordan det går med de områdene som ikke er viktige for regjeringen. Statsråden vil ikke lage en plan for klimakutt fordi planøkonomi ikke fungerer. Vel, Nasjonal transportplan skal de ha, Nasjonal helseplan skal de ha, men klimamålene skal de altså famle seg fram til. Jeg skal ikke

Men det er ingen venteprosess i forholdet til EU, og det er ingen venteprosess når det gjelder nasjonale tiltak. Når det gjelder spørsmålet om fremskynding av karbonnøytralitetsmålet, fra 2050 til 2030, er det riktig at klimaforlikets formulering og premiss er at det i så fall skulle foreligge en global og ambisiøs avtale, men det står også at en slik fremskynding betinges av at andre industriland påtar seg store nok forpliktelser. sier selv – og den tar vi på alvor – at landene langt fra har påtatt seg store nok forpliktelser til å nå 2-gradersmålet, altså fra Cancun i 2010, og langt mindre 1,5-gradersambisjonen. Den andre siden av vårt resonnement er at hensikten med en fremskynding av karbonnøytralitetsmålet fra Norges side ikke minst vil være nettopp å få flere land til å påta seg større ambisjoner, mer på nivå med EUs og Norges mål. Derfor er det viktig at vi har det virkemiddelet med oss når neste stasjon kommer, når landene skal levere inn sine endelige forpliktelser, ikke minst på basis av klimapanelets 2018-rapport. Så det er ikke slik at vi avviser en slik fremskynding, men vi mener at premissene for den ikke er til stede nå.

Men det er nå det gjelder, for det er nå hvert enkelt land er nødt til å gjøre jobben. Vidar Helgesens første – og vel egentlig eneste – store utspill så langt har vært at på hans post kommer sannsynligvis ikke utslippene til å gå ned. Det er oppskriften på at vi ikke skal nå Paris-avtalen. Dersom regjeringen kan sitte i fire år uten å få ned utslippene, ja, da når vi ikke det som er målsettingene i I morges diskuterte Stortinget likestilling, og det er egentlig noen klare fellestrekk mellom den debatten vi hadde i morges, og den vi har nå. Og det er enighet i opposisjonen om at regjeringen ikke leverer – det gjorde den ikke med hensyn til likestilling, og det gjør den heller ikke når det gjelder klima. Det er i denne perioden, som nå har vart i snart tre år, levert én klimasak, det er den om klimamål. Den brukes nå altså som et argument for å trenere andre klimaforslag. Alle andre vedtak som er gjort om klima i denne sal, er fremmet som fra opposisjonen. Fra regjeringshold har vi til og med sett at det treneres: Det er over et år siden Stortinget gjorde vedtak om lavutslippssoner. Regjeringen og samferdselsministeren har ikke gjort noen ting, og derfor gikk Arbeiderpartiet til det uvanlige skritt å fremme en lovtekst i Stortinget. I dag har komiteen til slutt enstemmig innstilt på at en kan gå inn for den teksten som Arbeiderpartiet

Systematikk var et nøkkelord i innlegget til Vidar Helgesen, men jeg vil si at klimaarbeidet er lite systematisk. Nå er det over 20 klimaforslag som ligger i komiteen, og ingen av dem kommer fra regjeringen. Det gir en stor jobb til oss andre, i opposisjonen, og jeg vil at vi skal appellere litt til hverandre om at når regjeringen ikke leder vei, får vi andre ta ansvar. Vi i Arbeiderpartiet håper på støtte til våre forslag, og så skal vi ordentlig og systematisk gå igjennom andres forslag. Til slutt: Jeg hørte statsråd Helgesen si i en radiodebatt denne uken at han ikke kom til dekket bord, og etter to år med Tine Sundtoft er jeg enig i at han ikke gjorde det. Men denne regjeringen må snart slutte å skylde på andre. Klimaforliket ble vedtatt i 2012. I 2017 har det vært fire år med denne regjeringen, og så var det ett år med Stoltenberg II-regjeringen. Det er denne regjeringens ansvar å nå klimaforliket. Vi hørte også Tina Bru si at denne regjeringen har forsterket klimaforliket, men det er ingen representanter fra regjeringen som kan si at de i det hele tatt skal nå klimaforliket. Klimaforliket må nås før det kan forsterkes. «Omstillingen til lavutslippssamfunnet innebærer særlig store utfordringer for Norge», sa klima- og

og industrien vår er i særklasse når det gjelder energieffektivisering og nyvinning. I tillegg er vi fremst i verden når det gjelder kjøp av elbiler, og vi har strenge byggetekniske krav. Hvis det innebærer «særlig store utfordringer for Norge», hva kan vi da vente av reduksjoner av klimagassutslipp i andre land? Norge har særskilte forutsetninger for å klare omstillingen til et lavutslippssamfunn – det er min påstand. Vi må vise at det er mulig å ha et høyt velferds- og velstandsnivå og samtidig gå fra å være et fossilt utslippssamfunn til et moderne lavutslippssamfunn. For å få det til må vi øke produksjonen av kraft fra fornybare energikilder betydelig i tiden som kommer. Omstilling gir muligheter, og mange bedrifter ser et stort potensial for å skape nye arbeidsplasser og inntekter gjennom klimariktige Klima- og miljøministeren snakket på tirsdag om grønn konkurransekraft. Hva ligger egentlig i det? Jeg snakket mandag med en bedriftsleder som sa det sånn: Grønn omstilling har næringslivet holdt på med i mange år. Det er ikke noe nytt som denne regjeringen fant opp så fort oljeprisen dalte. Norge har de økonomiske, menneskelige og naturgitte ressursene og forutsetningene som skal til for å klare potensialet om å bli et lavutslippssamfunn. Innenfor transportsektoren har vi et stort potensial. Det er en av de største kildene til klimagassutslipp i Norge, og 32 pst. av de norske klimagassutslippene kommer fra nettopp transportsektoren. Derfor mener vi i Arbeiderpartiet at det må etableres en støtteordning for utbygging av infrastruktur for hydrogenbasert transport. transport. Det har vi fremmet forslag om i Stortinget, blant 40 andre gode forslag som regjeringspartiene har mulighet til å støtte, men hydrogenbaserte biler nevnte ikke klima- og miljøministeren i det hele tatt i sin redegjørelse på tirsdag. Hva mener klima- og miljøministeren om dette? I tillegg ønsker vi å legge til rette for økt bruk av fornybart

skal baseres på lav- eller nullutslippsløsninger. Hva mener klima- og miljøministeren om Det mest positive med denne debatten – og det som er positivt – er at alle partier nå kappes om å være det mest ambisiøse og om å være for klimatiltak. I retorikken har mye endret seg de siste årene, og det er positivt. Ved å høre på partiene merker man ikke lenger de store forskjellene. Nå er det troverdigheten det går på. Det handler også om de politiske valgene, og når enkeltsakene kommer, kommer også skillelinjene fram. Enten det handler om endringer i energiloven, organisering av jernbanesektoren eller andre tiltak, er det klare politiske skillelinjer. Man må bygge også organisatoriske endringer for å nå mål, og så handler det også om troverdighet med hensyn til gjennomføring. Når jeg hører på Arbeiderpartiet, har de ett problem i den offensive holdningen de legger for dagen, og det er at de mangler troverdighet når det gjelder gjennomføring. For dem som husker de åtte årene vi har bak oss, med den forrige regjeringen, var det den manglende gjennomføringen og en frustrasjon over gjennomføringen som var grunnlaget for at vi i Venstre mente at vi måtte ha et nytt flertall på Stortinget. Man rotet til satsingen på biodrivstoff. Det har vi rettet opp i nå. Det var andre områder hvor det var stillstand. Kanskje var den største satsingen på utbygging innenfor olje- og gassektoren for å få opp aktiviteten – med den kostnadsdrivende effekten det hadde – et problem. Det er et faktum at den dynamikken og nytenkningen vi nå har – også når det gjelder handling, helt uavhengig av både hvem som står bak vedtakene på Stortinget, og hvorvidt det skjer i budsjettsammenheng eller i enkeltvedtak – er et resultat av at vi har et nytt, borgerlig flertall. flertall. I Venstre er vi fornøyde med at vi sitter sentralt og er utslagsgivende initiativtaker for veldig mange av vedtakene. Det er ingen tvil om at det er det som gjør at vi nå har en ny dynamikk. Ta bare det at vi nå sitter her og diskuterer EU-målsettinger om 40 pst. utslippsreduksjon innen 2030, som alle nå er for: Det var ingen som stilte krav om at vi skulle knytte oss før det borgerlige flertallet kom med forslaget om at vi skulle ha en egen avtale med EU. Jeg tror virkelig ikke at man under den forrige regjeringen hadde lagt til grunn at Norge skulle ha en forpliktende, juridisk bindende avtale med EU for å nå målene i 2030. Da tror jeg man ville fortsatt med klimaforlik, med den forpliktelsen som det innebar. Det er skiftet som har gjort at vi har fått en helt ny dynamikk, og nå er alle partier forpliktet til å sørge for at vi bygger opp en troverdighet for gjennomføringen av det vi nå sier. Det handler ikke bare om å si det man mener – man må også gjøre det man sier, og ingenting er gjort før det er gjennomført.

og levere nye klimamål. Og vi fikk et rapporteringssystem som gjør at vi kan forstå og sammenligne rapportene om utslippskutt fra de ulike landene. Etter avtalen var det grunn til å feire, men også å brette opp ermene for det vi nå må gjøre. Norge tar sikte på en felles gjennomføring med EU for å nå klimamålene for 2030. Felles gjennomføring med EU vil gi Norge et solid, forpliktende og forutsigbart europeisk regelverk å basere seg på når vi skal gjennomføre målene våre. Slik felles gjennomføring har også grunnlag i Paris-avtalen. Da regjeringen presenterte sine planer om en felles forpliktelse med EU om en reduksjon av klimagassutslipp fram mot 2030, ble det for det meste tatt positivt imot. De fleste er altså fornøyd med avtalen i Paris og med at veien framover går sammen med og i dugnad med EU. Så hvorfor de store ord og de til dels kraftige utfall under debatten her i dag? Dugnad er et godt norsk ord, og jeg tror de fleste her i salen har deltatt på én, meg inkludert. Min erfaring er at de mest vellykkede har vært der deltakerne har jobbet sammen og ikke om hvem som skal holde hammeren, og hvem som skal steke vafler. Det er resultatet av dugnaden som teller. Regjeringen har foreslått mange tiltak for å forberede Norge på omstillingen mot et lavutslippssamfunn. Bare i siste budsjettforslag, for 2016, ligger det en mengde punkter innenfor f.eks. transportsektoren, midler til kommunene, klima- og energifondet, Enova, Innovasjon Norge – alle foreslått av regjeringen. Etter budsjettsamarbeidet med Venstre og Kristelig Folkeparti er ytterligere punkter lagt til. Klima- og miljøministeren hadde en god gjennomgang av utfordringene her på tirsdag. Han sa at Paris-avtalen vil ikke bare føre til endringer, den er et uttrykk for store endringer. Og den jobben er vi og denne regjeringen godt i gang med. Representanten Heikki
Holmås har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg er enig i at det er et poeng å trekke sammen og være enige. Men problemet er at vi har en regjering som ikke har fremmet ett vesentlig kuttforslag på klimasiden. Alt er kommet etter påtrykk fra opposisjonen. Det er altså regjeringspartiene som er uenige og har stemt imot en del av forslagene. Så vil jeg bare inn på spørsmålet om klimanøytralitet. Der er det sånn at Helgesen bruker argumentet: Det er ikke store nok forpliktelser i verden til å kunne gå inn for at Norge skal gjøre mer. Men vi slipper ut røflig 25 pst. mer per innbygger enn det de gjør i EU-landene. Og hvis man ser på utslippene som vi har tilført verden fra 1990 og fram til i dag på grunn av vår oljeeksport, er det vi som er blant dem som bidrar aller minst til å sørge for å nå målet. Da blir det litt Erasmus Montanus-logikk hvis vi fortsetter å si: De vil ikke gjøre mer, vi skal fortsette å forurense mer, og derfor kan vi ikke påta oss større

i ettertid kommer til å ha én overskrift, og det er den tapte tid. Det er nettopp det regjeringspartiene gir uttrykk for, at en ikke gjør noe nå fordi en venter på EU. Jeg synes det er litt rart, for uansett hvordan man regner på virkningene av tiltak, uansett hvor positive og kraftfulle de oppleves, er vi langt unna klimaforliket og målene for 2020, og vi er langt unna å nå de forpliktelsene vi må påta oss i vi er langt unna å nå de forpliktelsene vi må påta oss i 2030. Så det er et paradoks at vi er inne i en tid som blir tapt. At dette Stortinget blir invitert til om noen måneder å ratifisere Paris-avtalen, men samtidig ikke tar ansvar for hvordan avtalen skal oppfylles nasjonalt, er et stort politisk paradoks, at regjeringen inviterer til ratifisering av en viktig avtale uten på noen som helst måte å anvise hvordan vi skal nå de forpliktelsene som følger av avtalen. Så blir det sagt at det jobbes parallelt med EU. Ja, det tror jeg det kun er regjeringspartiene selv som kan se. Det er ingen andre i denne salen som har gitt uttrykk for at en kan skimte konturene av at det jobbes parallelt med EU i klimaspørsmålet. Tvert om, her er det mange som har uttrykt at de nettopp ikke ser det. Og så er det premisset for å vurdere hvorvidt Paris-avtalen er tilstrekkelig grunnlag for å framskynde at Norge skal være karbonnøytralt fram til 2030: At statsråden står her og avviser det uten å ha snakket med dem som er forlikspartnere, synes jeg er høyst merkverdig og burde skape en automatisk refleksjon hos alle partier som inngikk forliket, utenom Høyre, at vi kanskje gjennom vedtak i Stortinget nok en gang må instruere denne regjeringen i et klimaspørsmål. Det er det som er konsekvensen, som representanten Heikki Eidsvoll Holmås nettopp sa: Alle klimareelle tiltak har kommet fram gjennom flertall i Stortinget og ikke på grunn av regjeringen, men på tross av regjeringen.

har skjedd ganske mye på 15 år – det har det. Det skjedde en god del under Bondevik II, og det har skjedd mye også under den rød-grønne regjeringen. Det vi prøver å snakke om i dag, er det som skal skje framover, og det en har registrert i dagens debatt, er en stor utålmodighet i Stortinget etter å få en mer samlet debatt – en mer samlet debatt om egne mål og ambisjoner. Det må det, synes jeg, kunne være mulig å ha uten at en skal falle tilbake til hva som skjedde for fem år siden, seks år siden, ti år siden eller 15 år Et nytt flertall ved valget i 2013 var ikke noe vannskille. Det var ikke noe vannskille i det hele tatt. Som representanten Aasland sier, er det jo opposisjonen i Stortinget som stort sett har presset fram enten at Kristelig Folkeparti og Venstre har gått i forhandlinger med regjeringen og fortjenstfullt nok fått gjennomslag, eller har presset fram beslutninger gjennom forslag som opposisjonen har lagt fram i Stortinget. Stortinget. En del av de forslagene har Kristelig Folkeparti og Venstre også støttet, og det er bra. Mange av forslagene har de også vekslet på ikke å støtte. For at de skal unngå at regjeringen taper ansikt i Stortinget, har enten Kristelig Folkeparti støttet regjeringen eller Venstre støttet regjeringen, alt etter når det passer. En sånn type spill er det en driver med her i Stortinget i disse dager omkring disse sakene, og det må være lov å etterlyse en debatt om hvordan vi ønsker det framover. Jeg tror i likhet med representanten Jonas Gahr Støre at regjeringen vil trå vannet og prøve å unngå denne debatten til over stortingsvalget i 2017. Det er det den vil håpe på, og det synes jeg er synd. På slutten skal jeg også knytte et par ord til dette med skatt og avgift, for det var veldig mange som var opptatt av det i replikkordskiftet med meg. CO2-avgiften på sokkelen har fungert godt,

Og i jordbruket reduserer en norsk matproduksjon, som kanskje i dag er Europas mest miljøvennlige, til fordel for økt jordbruksimport, som kommer til å føre til høyere utslipp andre plasser. Den debatten må tas alvorlig, i stedet for å si at det enkle svaret er økte skatter og avgifter knyttet til klimautslipp.

som stort sett trenerer det som kommer av initiativ fra Stortinget, og som ved hvert budsjettforslag som blir lagt fram, kutter systematisk på området klima og miljø – skogsatsingen, f.eks. Man kutter systematisk, og så får Venstre og Kristelig Folkeparti gleden av liksom å få fullt gjennomslag i budsjettet. For oss på utsiden er det ganske gjennomskuelig at det er et spill som foregår i Stortinget, men som Venstre tilsynelatende er godt fornøyd med. Så må også jeg innom det som har blitt tatt opp om karbonnøytralitet. Klimaforliket er veldig tydelig på at Norge – som en del av en global og ambisiøs klimaavtale, hvor også andre industriland tar på seg forpliktelser – skal forplikte seg til karbonnøytralitet senest i 2030. Det ligger i klimaforliket, som flere har vært inne på. på. Så sier statsråd Helgesen at avtalen er ambisiøs. Den er uten tvil global, det ligger i avtalens natur, men fordi vi er nervøse for at andre land ikke skal gjøre det som vi i tråd med avtalen forventer av dem, skal vi også der vente og se. Vi skal altså ikke stole på at andre land får til ting, og da stoler vi Når vil Helgesen si at premissene for å framskynde målet om karbonnøytralitet er oppfylt? Er det først når andre land har gjennomført sine kutt, at vi kan stole på at det de sier, er sant? Hvis det skal være sånn at alle skal sitte og vente og skule på hverandre før noen tør å ta steget, vil vi aldri få Vi må jo ha tro på den avtalen vi er en del av! Helgesen skryter av hvilken fantastisk lederrolle Norge tok fram til avtalen var et faktum, og hvor flink pådriver vi var som land. Så skal ikke vi, som var så flinke i Paris, gjøre noe etterpå! Det er fascinerende. Helt til slutt: Statsråden tar opp EU-prosessen, og han understreker at han jobber med EU. Det er flott at Helgesen drar til Brussel og jobber med EU, men poenget her er at han har satt oss i en situasjon hvor vi bare skal sitte og vente før vi gjør noe i Norge. Vi skal vente til 2017, 2018 før noe skjer. Det er flott at statsråden har samtaler med EU, men så lenge vi ikke gjør noe på hjemmebane, er de samtalene ingenting

Det er spesielt å holde tordentaler all den tid en selv løper fra eget ansvar. For hva er fakta? Jo, fakta er at i 2013 var det et gap på 8 mill. tonn på å nå målsettingene i klimaforliket. Nå er det på 6,7 mill. tonn. Det går i riktig retning. Utslippene har gått ned hvert eneste år siden 2010, men det gikk åpenbart ikke fort nok under de rød-grønne heller, for vi har fortsatt en vei å gå. Når det gjelder disse 40 forslagene som det henvises til fra Arbeiderpartiet, jeg ganske enig i mange av dem. Det er mye bra i de forslagene, fordi mye av det som står der, er ting som allerede skjer. Vi er egentlig ganske enige, og så skapes det et voldsomt inntrykk i denne debatten av at det er en kjempestor uenighet i norsk klimapolitikk. Det er jeg veldig uenig i. Jeg er veldig enig med representanten Elvestuen, som snakker om hvor viktig avtalen om felles gjennomføring med EU er, og at det kanskje er noe av det viktigste som har skjedd i norsk klimapolitikk noensinne. Jeg er ganske i tvil om det er et grep som ville blitt tatt hvis vi fortsatt hadde en rød-grønn regjering. Det er et taktskifte med den borgerlige regjeringen, i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, og det er sannheten. Så sier man: Hva med tiltak – ikke ett konkret tiltak. Nei vel – 18 mrd. kr mer til klimateknologifondet, miljøteknologiordningen er nå på nesten en halv milliard kroner, for første gang har vi en klimastrategi i NTP, har vi en klimastrategi i NTP, det er en historisk satsing på jernbane, vi har tiltak innenfor grønn skipsfart, pilot på biogass, CCS-satsing, vi faser ut fossil olje innen utgangen av 2018, nesten 3 mrd. kr i klima- og skogsatsing. Alvorlig talt, å si at dette ikke er konkrete tiltak fordi vi nå er nødt til å se på hvordan prosessen i EU blir, og at FN må hente inn mer kunnskap om hvordan verden skal omstille seg for å nå et enda mer ambisiøst mål – er ikke Norge et land som liker å basere sin klimapolitikk på kunnskap? Er det ikke fornuftig å vente og se hva som kommer ut av den jobben IPCC nå skal gjøre? Jo, det er det. Det handler ikke om at vi ikke vet at vi skal opp på måltall, men det handler om at vi må passe på at vi innretter målene i Norge og virkemidlene vi tar i bruk, på en måte som er i tråd med innretningen i avtalen som kommer etter Paris. Det er sånn vi er nødt til å rigge klimapolitikken for fremtiden hvis vi skal komme oss noe videre fra denne debatten vi har her i dag, hvor vi krangler om hvem som har ansvar, hvem som ikke har tiltak, og hvem som har tiltak. Jeg tror vi alle kan være ganske enige i at samtlige partier i denne sal har klimatiltak. Samtlige parti i denne sal er opptatt av en ambisiøs klimapolitikk. Så står vi her og skaper et inntrykk av at ingenting skjer – vet du hva, jeg syns faktisk ikke at det er noe som står seg. Vi skal være stolte over at Norge er et land som har tatt ansvar, og som tar det uavhengig av regjeringer. Vi er fortsatt på god vei. Vi gjennomfører tiltak, og vi skal fortsette å gjennomføre og levere når vi får den endelige avtalen som følger av det som har skjedd i Paris. Representanten Ola Elvestuen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

i regjeringens flertall. Jeg håper at Stortinget med bakgrunn i denne debatten faktisk velger å utnytte dette denne våren, hvor vi allerede har til behandling en rekke forslag som ikke er fremmet av regjeringen, men av Stortingets representanter. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Før vi går til votering,

president!

no. Det er mykje

får det. Det er

gå

Før vi går til votering, vil representanten Rasmus Hansson framsette et representantforslag.

det måtte

Det anses vedtatt. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er

måneder. Var jeg da